Stortinget er da klar til å gå til votering, og vi starter med sakene nr. 13–19 fra tirsdag 29. mars, dagsorden nr. 61. Presidenten gjør oppmerksom på at det er en relativt lang votering, så vi ber representantene følge nøye med. Under debatten er det satt frem i alt syv forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ove Trellevik på vegne av Høyre, Venstre og

Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er forslag nr. 1, fra Aleksander Stokkebø på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet forslag nr. 2, fra Alfred Jens Bjørlo på vegne av Venstre forslagene nr. 3 og 4, fra Mímir Kristjánsson på vegne av Rødt

Takk for det, president. Transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen er næringer som sliter veldig nå. Vi foreslår derfor at dette representantforslaget skal hastebehandles etter Stortingets forretningsorden § 39 andre ledd c. Det foreligger da to forslag til behandlingsmåte for Dokument 8:174 S.